og sakene på dagens kart. Til denne saken er det satt frem i alt to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt forslag nr. 2, fra Freddy André Øvstegård på vegne av Sosialistisk Venstreparti Under debatten ble forslag nr. 1 omgjort til oversendelsesforslag. Forslaget lyder i endret form: «Det henstilles til regjeringen om at det startes et arbeid der Navs ulike fagforeninger og brukerne er direkte representert, med formål å sikre at problemstillinger i førstelinje og internt i Nav blir fulgt opp, og at regjeringen kommer